ordet. I lys av den store og raske prisveksten på varer som folk trenger, og at det er lenge til revidert kommer, vil jeg foreslå hastebehandling av forslaget etter § 39 andre ledd bokstav c. Det ligg føre to forslag til behandlingsmåte for Dokument 8:154 S.